avkortingen for dem som har minsteytelsen, er redusert. Enigheten med Kristelig Folkeparti og Høyre gjør at det nå er bred oppslutning om en god løsning på dette punktet. Dagens uførepensjonister skal beholde det de får i dag. De vil omfattes av nye skatteregler, men vil få økt brutto uføretrygd på en slik måte at de får samme inntekt etter skatt som i dag. Dagens uførepensjonister vil derfor utover at de får et enklere og bedre system for å prøve seg i arbeid. Regjeringen ønsker at uføre fortsatt skal få en god alderspensjon. Uføre skal fortsatt gå over på alderspensjon ved 67 år og få en årlig opptjening til alderspensjon, som om man fortsatt var i arbeid. Vi foreslår også en midlertidig ordning som de første årene vil skjerme uføre for om lag halvparten av virkningene av sikrer uføre en alderspensjon som står i et rimelig forhold til arbeidsføres alderspensjon. Forholdet mellom uføres og arbeidsføres alderspensjon vil imidlertid kunne påvirkes av hvordan de arbeidsføre tilpasser seg levealdersjusteringen. Regjeringen mener derfor at man i 2018 må vurdere om – og eventuelt i hvilken grad – uføres alderspensjon skal skjermes for virkningen av En samlet komité understreker at det er svært viktig at uføres alderspensjon skal stå i et rimelig forhold til arbeidsføres gjennomsnittlige alderspensjon. Høyre vil imidlertid ikke gi uføre en delvis skjerming fra virkningen av levealdersjusteringen. De viser til at uføre kan få en høyere alderspensjon enn arbeidsføre som tar ut pensjon tidlig. Høyre støtter imidlertid regjeringens forslag om at man skal få uførepensjon fram til 67 år, noe som er den viktigste grunnen til at uføre i noen tilfeller kan få en høyere alderspensjon enn arbeidsføre som tar ut tidligpensjon. I tillegg til de konkrete forslagene i uføreproposisjonen er det – etter regjeringens vurdering – behov for en bredere gjennomgang av virkemiddelbruken som skal støtte opp under arbeidslinjen. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med en vurdering av dette, med sikte på at eventuelle endringer kan tre i Regjeringen vil også forsterke innsatsen for å kunne tilby unge under 30 år tilrettelegging for å komme i arbeid. Den jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne som vi la fram sammen med budsjettet for 2012, er en viktig del av dette. Fremskrittspartiet har på mange punkter valgt å fremme egne forslag. Jeg har imidlertid vanskelig for å finne noen klar linje i forslagene. Fremskrittspartiet er bekymret for veksten i antall stønadsmottakere og frykter de statsfinansielle utfordringene dette kan gi. Samtidig har Fremskrittspartiet forslag som vil øke både antall personer på uføretrygd og statens utgifter med flere milliarder kroner årlig. Jeg er glad for at et bredt flertall i Stortinget ikke følger Fremskrittspartiet, men i stedet står bak hovedtrekkene i forslaget om en ny uføretrygd. Pensjonsforlikene i 2005 og 2007 innebar en bred oppslutning om hovedlinjene i ny alderspensjon i folketrygden. Den enigheten det nå er om den nye uføretrygden, betyr forutsigbarhet for dem som er uføre – og dermed trygghet for de framtidige ytelsene også på dette området. Jeg vil avslutte med å melde meg på den takksigelsen som har vært når det gjelder samarbeidet i komiteen, og som da også har resultert i en god støtte til regjeringens forslag. Det blir replikkordskifte. Representanten Torbjørn Røe Isaksen

det vil være en del grupper her som vil få en lavere nettoytelse enn det som er tilfellet i dag? For det første er det slik at det forslaget som er lagt fram, og som behandles i dag, i all hovedsak vil gi en noe høyere uførepensjon for de aller fleste. Når man ser på skattebiten av dette, har man sagt at man vil få tilnærmet lik utbetaling. Det betyr at man i de aller fleste tilfeller vil få tilsvarende det man har i dag, men det er i den formuleringen også tatt høyde for, hvis folk har inntekt ved siden av, avkortingsregler, osv., at dette kan slå noe ulikt ut. Men i de aller fleste tilfeller vil den enkelte få mer eller mindre det samme som man har i dag. Representanten Eriksson vil få ordet til en replikk nr. to, men siden presidenten hadde annonsert neste replikant, blir det senere i replikkordskiftet.
Neste taler er representanten Torbjørn Røe Eriksen – Isaksen.

betyr. Jeg lurte på om statsråden kanskje kunne klargjøre hva det betyr at regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av Brochmann-utvalget vil komme tilbake til innretningen på barnetillegget. Jeg oppfattet ikke at representanten fra Arbeiderpartiet snakket om at dette var så fælt. Jeg opplevde at representanten fra Arbeiderpartiet var opptatt av at man nettopp skulle sørge for en tilnærmet lik alderspensjon for arbeidsføre og uføre. Derfor er det viktig å se hvordan de arbeidsføre faktisk tilpasser seg – det gir oss disse årene for å se på dette. Så jeg opplever ikke at det var noen motsetning mellom det som står her, og det som ble sagt av representanten. Når det gjelder barnetillegget, er vi tydelige på at vi viderefører barnetillegget, men viser også til den evalueringen vi skal gjøre av Brochmann-utvalgets innstilling. Brochmann-utvalget er veldig tydelig på at kontantytelser kan ha effekter som Røe Isaksen er helt klar over, til de fattigste barna. Men det som er helt avgjørende for denne regjeringen, er at de barna vi snakker om her, er de barna som trenger velferdsgoder. Spørsmålet er bare hvilken form de velferdsgodene eventuelt skal ha. Men dette skal vi altså komme tilbake til når vi vurderer Brochmann-utvalgets innstilling.
Først vil jeg bare rose statsråden for å ha valgt å gå for den løsningen hun har gjort på levealdersjusteringen, for det oppfatter jeg som et av de viktige grepene, at man faktisk ønsker at det skal være på lik linje som for resten av de arbeidsføre, slik at en ved en evaluering i 2018 legger det til grunn som et prinsipp. Det er viktig.

som statsråden viste til, at man skal komme tilbake til en behandling. Vil det si at regjeringen er opptatt av at uføre som i dag fikk den ytelsen i tillegg, også får en liknende kompensasjon i framtiden, dersom en må revurdere disse typene ytelser som statsråden har vært inne
Dette var en problemstilling vi tok opp allerede den dagen da vi la fram meldingen. Når man har en del ytelser i samfunnet som er behovsprøvd, er de knyttet til et beløp. Hvis det beløpet endres på grunn av – i dette tilfellet – en mer teknisk kompensasjon, er det naturlig å se på hvordan man skal justere dette for at det ikke får andre konsekvenser enn det man har ønsket. Så vi har hele tiden vært tydelige på at f.eks. når det gjelder bostøtteproblematikken, skal vi komme tilbake til det. Vi har tid fram til virkningstidspunktet fra 2015 og vil komme tilbake til det. Tankegangen her er ikke å endre alle disse reglene. Men det kan være regnestykker som nødvendigvis ikke gir de utslagene likevel, så vi må gjøre en ordentlig jobb her. Men det kan være regnestykker som nødvendigvis ikke gir de utslagene likevel, så vi må gjøre en ordentlig jobb her. Jeg tror vi er helt enige om hvor vi skal ende, og at dette ikke er en reform som skal endre innholdet i de ytelsene som er behovsprøvd i dag. Jeg har lyst til å ta opp tråden fra representanten Røe Isaksen i forhold til barnetillegget. Brochmann-utvalgets innstilling, som statsråden selv pekte på, har problematikken blitt omtalt. I Uførepensjonsutvalget er den også omtalt, der man hadde tre ulike løsninger, to ulike mindretall og et flertall. Så ser jeg også i proposisjonen at departementet problematiserer litt rundt det. Slik jeg oppfatter departementet, sier man at det at det kan være fornuftig å ha et øvre tak på ytelser som barnetillegg og uføreytelser, og viser til at et tak på rundt 90 pst. kan være noe man kan komme tilbake til og se på. Ut fra den debatten som har pågått her i dag, og når jeg hører representanten Karin Andersen, er det slik å forstå at det å sette et tak i forhold til samlede ytelser og barnetillegg er uaktuelt for regjeringen, eller er det også noe som man vil se på når man kommer tilbake med saken?

beslutning, for dette er ikke veldig enkle spørsmål. Dette dreier seg om mennesker som er avhengige av en ytelse, og som ikke er av de rikeste i dette samfunnet, for å si det veldig mildt. Da er spørsmålet: Hvordan lager vi en ytelse som gjør at disse barna får en best mulig hverdag, og som stimulerer til at foreldrene kommer ut i arbeid? Det er det som på sikt absolutt vil gi disse barna en best mulig hverdag, og det er det vi skal vurdere. Vi har sagt tydelig at det vil vi komme tilbake til i forbindelse med at vi skal vurdere Brochmann-utvalgets innstilling.

gi flere muligheten til å jobbe, og gjennom å støtte og gi målrettede tiltak hindre at folk støtes ut av arbeidslivet. Det er nettopp dette denne reformen handler om – å gi flere folk bedre muligheter til å jobbe. Det lønner seg å jobbe. Det lønner seg for den enkelte økonomisk, og det lønner seg for fellesskapet økonomisk, men det har en større verdi enn kun det økonomiske. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Det er den som har bygget, og det er den som skal bygge, velferden vår i framtiden. Derfor vil vi ha flere med i arbeidslivet. Og nettopp derfor har vår arbeidslinje to spor: Det lønner seg å jobbe, men man skal også få hjelp til å komme seg ut i arbeidslivet dersom man trenger den hjelpen, og man skal få støtte til å kunne bli der. Det er en inkluderende arbeidslinje som tar høyde for at folk er forskjellige, men at alle kan bidra med sitt, og at det er like verdifullt. Utgangspunktet for diskusjonen her i dag må slås fast. Det høres av og til ut som om flertallet i Norge går på trygd, velger seg trygd eller helst ville ha vært på trygd. Det er feil. Flere går på jobb i Norge enn i noe annet land. Vi har rekordhøy sysselsetting, høyere enn de fleste andre land. Folk flest i Norge går på jobb, og de som ikke kan jobbe her i landet, enten midlertidig eller permanent,

for å gå på trygd. Den skal sikre at de som ikke kan jobbe, skal ha noe anstendig å leve av, og det sikrer den nye reformen – en anstendig trygd. Det er avgjørende. For de fleste som er uføre, og de fleste som kommer til å bli uføre, kan ikke jobbe ved siden av trygden. Så har vi en annen gruppe, som hittil ikke er blitt behandlet godt nok av systemet, eller som ikke er blitt fanget godt nok opp av systemet. Det er de som befinner seg mellom dem som deltar fullt ut i arbeidslivet, og dem som er 100 pst. uføre og ikke kan eller skal jobbe: Det er de som er delvis uføre, men som har en helsetilstand som gjør at de i perioder kan jobbe litt. Den gruppen bedrer vi hverdagen for i dag når vi vedtar denne reformen – et helt nytt system. Det er, slik Fremskrittspartiet gjorde tidligere i dag, helt meningsløst å sammenligne gamle terskler og gamle beregningsmåter med det nye systemet. Det blir som å sammenligne epler og pærer. Det gir ingen mening, det er helt forskjellige systemer. Det nye systemet legger opp til at det alltid vil lønne seg å jobbe. Det gjorde ikke det gamle. Man kan faktisk jobbe så mye man vil, og tjene mer, uten noen grense. For hver krone man tjener, vil man alltid sitte igjen med mer penger. Og det vil være enklere å gli inn og ut av systemet – mindre byråkratisk. Det skal være enkelt å bidra i arbeidslivet, og det er det vi legger til rette for i dag med den nye reformen. Vi vedtar i dag et nytt system. Vi vedtar ikke en ny virkelighet – hadde det bare vært så enkelt! Vi, flertallet i komiteen – alle unntatt Fremskrittspartiet, som også i denne saken har forlatt oss andre og kjører sitt eget løp, et løp vi ikke kjenner konsekvensene av Men vi må ikke tro at denne reformen får folk ut i jobb. For å virkeliggjøre reformen, for at den skal kunne tas i bruk, må vi tilrettelegge samfunnet slik at disse folkene får jobbe, ikke bare kan jobbe, at det står et arbeidsliv klart til å ta imot dem. Vi må legge til rette for at de også helsemessig kan bruke innsatsen sin. Derfor kan vi ikke, når vi snakker om mulighetene folk får gjennom den nye reformen, se på reformen isolert. Vi må se på helheten i politikken vår når det gjelder det å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Jobbstrategien vår handler nettopp om det. Vi vet at det allerede i dag finnes folk som kan og vil, men som ikke får. Deres problem er at de ikke får jobbe. Da kommer avkortingsreglene i andre rekke – når de ikke engang får noe å avkorte. Her trengs det tiltak på mange felt, og jeg er veldig glad for at regjeringen er godt i gang med en politikk som vil gjøre det mulig å dra fordeler av denne reformen. Det handler om tidlig og sterk innsats, det handler om barnehage, det handler om utdanningspolitikk, det handler om hvordan man behandles i arbeidslivet, og om hvordan man blir fulgt opp når man er sykmeldt. Det skal løna seg å arbeida. Framstegspartiet er

Framstegspartiet vil at alle som er under 40 år, skal få prøvd arbeidsevnene sine før dei får innvilga fast uføretrygd. Personar som heilt klart ikkje kan vera i arbeid, skal sjølvsagt få varig uføretrygd. Vi har mange som er i stand til å bidra i arbeidslivet sjølv om dei har ein nedsett funksjonsevne. Det er desse menneska vi ønskjer skal få høve til å delta aktivt, slik at dei kan få vera økonomisk uavhengige, få bruka ferdigheitene og evnene sine og vera ein del av eit sosialt og inkluderande arbeidsliv.

Det sit ei gruppe der ute med kompetanse og ressursar som vi treng, og for å få dei med må dei følgjast opp meir individuelt og tettare enn mange andre. Det må vera fokus på friskleik, og det skal løna seg å arbeida. Framstegspartiet ønskjer ei gradering av uføretrygd. Eg vil rosa representanten Trine Skei Grande for at ho tok opp dette med å vera ufør i kanskje berre 20 pst., som er veldig viktig for veldig mange. Det er akkurat det vesle som skal til for at dei fortset i arbeidslivet i fleire år. Mange er i ein situasjon der dei faktisk må læra seg å leva med sjukdommen sin, og då er den 20-prosenten nok til at ein fortset. Det må vi ta vare på. Ei anna historie er om ei eg kjenner. Ho blei ferdig utdanna og begynte i arbeidslivet som 26-åring. Ho blei sjukmeld, og dei klarte ikkje å finna ut kva som feilte henne. Tida gjekk, og ho blei langtidssjukmeld. Dei fann til slutt ut at det berre var å søkja om uføretrygd, for det var ikkje så mykje anna å gjera. Det var tungt for henne. Ho ønskte seg ei yrkeskarriere vidare, noko ho ikkje fekk. Så klarte heldigvis ein spesialist å knekkja koden etter nokre år, og ho fekk den rette behandlinga – medisinsk og kirurgisk. Så var det å tenkja vidare: Kva gjer eg no? Eg er såpass bra at lysta til å begynna å jobba igjen er faktisk der. Ho hadde valet om å vera uføretrygda vidare i 50 pst. og i arbeid 50 pst. Men ho syntest det var tøft å starta opp så mykje. Ho kunne kanskje ha tenkt seg ei gradering, slik vi har kome med forslag om – 20 pst. i starten og kanskje nå målet til slutt, som ho aller mest ønskte seg: å koma i full jobb igjen. Det er òg sånne ting vi må få inn i denne debatten. Det er svært viktig at vi kan tenkja litt reversibelt, at dei som er uføretrygda, faktisk kan, og at ting skjer. Vi har ei medisinsk og teknologisk utvikling som heile tida skjer i samfunnet vårt. Den må vi òg ta med oss. Derfor er vi opptekne av å finna løysingar. Vi må sjå på moglegheiter og ikkje låsa oss fast i gamle mønster og berre fokusera på problema. Vi lever i eitt og same land. Vi lever med dei same utfordringane, og vi lever med dei same menneska. Vi lever faktisk med dei same fordelane alle saman. Vi må berre leggja litt meir til rette for enkelte av oss. Det er på tide å dra lasset i same retning, og så må vi ha fokuset retta mot dei som treng hjelpa, og gi alle ei moglegheit til å vera deltakarar i arbeidslivet, uansett grad av retning, og så må vi ha fokuset retta mot dei som treng hjelpa, og gi alle ei moglegheit til å vera deltakarar i arbeidslivet, uansett grad av uførleik. I dag behandler vi en stor reform som berører mange. Vi lever i et usikkert Europa. Ingen andre land kan som oss planlegge for økte velferdsutgifter. I Europa Flere familier må gå fra hus og hjem fordi de ikke har inntekt og fordi de ikke har jobb. Vi må forstå at dette ikke skyldes at vi bor i Norge, eller at vi lever her nord i verden. Nei, det at vi i dag kan legge fram en velferdsreform samtidig med et stramt budsjett, skyldes politisk styring og framtidsrettede politiske vedtak. politiske vedtak. Det skyldes også at vi har en stor og mangfoldig arbeidsstyrke av kvinner. De har bidratt til mer vekst i økonomien enn oljen. Eller sagt på en annen måte: Kvinner har fått del i velferdsytelsene som er knyttet til det å jobbe, også uføretrygd. Framtida krever flere i arbeid. Flere må delta i verdiskapingen. Skal vi fortsette å fordele rettferdig og

dette er rettferdig. I Norge skal det være lov å være ufør. Denne solidaritetskontrakten har vi gitt hverandre gjennom bestemmelsene i folketrygdloven og nå gjennom uførereformen. Dette skal vi være stolte av. Samtidig gir denne sømløse reformen muligheter til at arbeid kan kombineres med helsebegrensinger som den enkelte har, også når helsetilstanden varierer, og at det alltid vil lønne seg å jobbe. Reformen er også en del av et større helhetsbilde: en trygg skatte- og finanspolitikk, økt inkludering i arbeidslivet, pensjonsreformen og jobbstrategien. Arbeiderpartiet er opptatt av et mer anstendig arbeidsliv og av at flere kvinner skal kunne jobbe mer. Alt dette spiller en rolle i det store bildet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forbedre og fornye tiltak i denne retningen. Det er bra. Arbeiderpartiet mener at alle skal ha like muligheter. I dette perspektivet er god arbeidsavklaring viktig. God arbeidsavklaring er ikke bare et medisinsk spørsmål. En slik bred vurdering skal ikke bare fokusere på de begrensninger sykdom og skade gir, men også på de muligheter og ressurser som faktisk finnes. Legenes rolle er likevel viktig i dette samarbeidet. I en debatt på NRK forleden var statsråden og lederen av Allmennlegeforeningen enige om et felles ansvar for å få flere i arbeid. arbeid. Det er bra. Nedsatt arbeidsevne fører til utfordringer også for dem som står rundt, ektefelle, samboer, foreldre og barn. Stortinget vedtok bestemmelser om helhetlige og sammenhengende tjenester for utsatte barn og unge og deres familier i lov om sosiale tjenester i Nav i 2009. Når funksjonsnivået til mor eller far synker, berører dette Nå ligger det forebyggende verktøyet der, til beste for disse. Jeg er glad for at Kristelig Folkeparti er nesten helt enige med oss. Vi har samme solidariske tenking i bunn og respekt for at det skal være lov med hevet hode å være mottaker av fellesskapets velferdsordninger. Det er litt vanskeligere å finne slike likhetstrekk i merknadene fra Høyre og enda vanskeligere i merknadene fra Fremskrittspartiet. Høyre åpner for full gjennomgang av alle sidene ved uførereformen i 2018. Jeg har dem mistenkt for å ville snevre inn mer. Høyresidens skattepolitikk har ingen solidarisk profil. Årlig kan en med inntekt under 200 000 få lov til å reise 20 turer mer med trikken i året, mens de med inntekter over 3 mill. kr kan reise ni turer hver eneste dag hele året! Det er usolidarisk politikk, eller omvendt solidaritet. Fremskrittspartiet vil ha færre på uføretrygd og langt flere av uføre under 40 år over på arbeidsavklaringspenger med høyt krav til aktivitet. Dette løser Fremskrittspartiet ved å kutte flere titalls millioner kroner både i arbeidsavklaringspenger og for uførhet – altså mindre til å aktivisere og følge opp uføre. Det er intet mindre

Professor Dag Bruusgaard ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo har funnet at det er en sterkere sammenheng mellom utdanning og uføretrygd enn det man har visst tidligere. Derfor viser det seg, ifølge Bruusgaard, at kompetanse er vel så viktig som behandling av sykdom. Han anbefaler å vektlegge kompetanse i større grad som en del av det å få folk tilbake i jobb. Kompetanse og utdanning er ikke bare viktig for å få folk tilbake i jobb, det er også en forutsetning for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Dette viser hvor viktig arbeidet med å få flere gjennom videregående er for den enkelte og for samfunnet som helhet. Forskere har anslått at hvis andelen av et kull som gjennomfører videregående opplæring, øker fra 70–80 pst., kan den samfunnsmessige gevinsten være på rundt 5 mrd. kr–6 mrd. kr årlig. I 2025 vil det ifølge SSB være rom på arbeidsmarkedet for kun 3 pst. med ungdomsskole som høyeste utdanning. For den enkelte betyr økte kunnskapskrav at fullført videregående opplæring blir en nøkkel til stabil tilhørighet til arbeidsmarkedet og til videre studier. Vi vet at personer som ikke gjennomfører videregående opplæring, har dårligere forutsetninger for videreutdanning og en videre arbeidslivskarriere. Blant unge mellom 20 og 24 år som ikke fullfører videregående opplæring, står 19 pst. utenfor både arbeid og utdanning mot 5 pst. i samme aldersgruppe som har gjennomført.

da var det ikke noe problem å begynne på skolen», sa 11 år gamle Adil, elev på Hallagerbakken skole i Oslo, i en sak i Dagsavisen i fjor. Vi vet fra forskning i USA at førskoletilbud rettet mot vanskeligstilte barn, førte til at barna presterte bedre i skolen på både kort og lang sikt, og i tillegg at flere av dem fullførte videregående og tok universitetsutdannelse. Vi har også sett i to studier, som har hatt mulighet til å følge førskolebarnas arbeidsdeltakelse i voksen alder, at førskoletiltakene hadde stor positiv betydning for hvordan barna lyktes i arbeidslivet. Jeg synes det er alvorlig når Høyre foreslår økte barnehagepriser i sitt alternative budsjett. Det vil kunne føre til lavere deltakelse i barnehager blant dem som trenger det mest, og er en type politikk som virker litt harmløs her og nå, men som vil kunne få store konsekvenser på sikt. Regjeringen har en mye mer offensiv og moderne politikk. Ny GIV – Gjennomføring i videregående opplæring – er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. I tillegg til en historisk satsing på barnehage og gratis kjernetid i enkelte områder, satser vi videre på en tidlig innsats gjennom en forsterket opplæring i grunnleggende ferdigheter på 1.–4. trinn i skolen. Økt timetall i fagene norsk, matematikk og engelsk og gratis leksehjelp for alle elever er noe av det. Andre momenter i satsingen er gode systemer for overføring av relevant informasjon om eleven mellom grunnskolen og videregående, noe OECD har påpekt er viktig, tettere oppfølging av den enkelte elev og lærling, bedre rådgivningstjeneste, mer og praksisnær fag- og yrkesutdanning, økt tilskudd til lærebedrifter og en tett dialog med partene i arbeidslivet for å få på plass flere læreplasser.

Vi vedtar i dag en uføretrygd som står seg i lang tid framover, og som har økonomisk og politisk bærekraft. Jeg er svært glad for at også denne reformen har bred tilslutning i Stortinget, selv om Høyre på et par viktige punkter distanserer seg fra det forliket alle andre partier, med unntak av Fremskrittspartiet, har samlet seg om. Gjennom sin motstand mot pensjons- og uførereformen har Fremskrittspartiet ettertrykkelig plassert seg på sidelinjen i norsk politikk, og jeg er forundret over at Høyre og Kristelig Folkeparti i det hele tatt vurderer et framtidig samarbeid med et parti som til de grader demonstrerer sitt manglende samfunnsansvar. Fremskrittspartiets mange forslag har nemlig noen prislapper, og jeg skal ta for meg noen av dem. Ingen levealdersjustering for uførepensjonister vil i 2050 øke folketrygdutgiftene med 20 og det kommer i tillegg til forskjellen mellom pensjonsreformen og en forlengelse av gårsdagens pensjonssystem, som Fremskrittspartiet går inn for, som alene betyr en økt utgift på 50 mrd. kr. Hvis vi fjerner differensieringen mellom ytelsen til enslige og gifte samboende, koster det 700 mill. kr årlig. Økte ytelser til unge uføre, slik Fremskrittspartiet foreslår, koster 2 mrd. kr årlig. Økt opptjeningsgrunnlag beløper seg til 750 mill. kr årlig, og et gunstigere beregningsgrunnlag er anslått til 1,25 mrd. kr årlig. I tillegg kommer flere kostnadsdrivende forslag som ikke umiddelbart lar seg beregne. Altså først en regning på 70 mrd. kr til framtidige generasjoner, så en ekstra kostnad på 4,5–5 mrd. kr årlig løpende fra 2015. Fremskrittpartiet har aldri brydd seg med sammenheng og sammenhenger, slik partiet sprer om seg med nye milliarder til alle gode formål. Vi er jo verdens rikeste land, må vite, og vi har penger i Pensjonsfondet. Slik kan Fremskrittspartiet bare opptre så lenge de ikke tvinges til å ta ansvar. Derfor trenger vi en forsikring her i dag fra Fremskrittspartiets potensielle samarbeidspartnere, nemlig forsikringen om at Fremskrittspartiet aldri noensinne vil få innflytelse på norsk

For Høyre er utgangspunktet at hver enkelt har et personlig ansvar for seg selv, sitt eget liv og for menneskene rundt seg, og samtidig at et raust og menneskelig samfunn sikrer alle mulighetene til et anstendig liv, uavhengig av bakgrunn, inntekt og arbeidsevne. For Høyre er den logiske sammenhengen i velferdspolitikken at det må lønne seg å jobbe, samtidig som vi sikrer gode og anstendige støtteordninger for dem som er for syke til å delta i arbeidslivet. Fra 1995 og til i dag har det vært en økning både av antallet og andelen uføre. Ser vi på tallene fra 1980 og til i dag, blir økningen enda mer markant. Særlig er det den sterke økningen av unge uføre som er bekymringsfull. Dette er en utfordring av flere grunner. Det innebærer at Norge ikke bruker en viktig arbeidskraftressurs, og det koster svært mye penger. Men først og fremst er det en tragedie for de enkeltmenneskene det gjelder, og som statsråden nettopp sa: Det bør bli færre. Vi vet at arbeid og livskvalitet henger nært sammen. Vi vet også at arbeid bidrar til fellesskap og aktiv deltakelse. Det blir for enkelt å si som enkelte gjør, at alle som er uføretrygdet, hører hjemme i ordningen – punktum finale. Dette gjelder særlig en del av dem som er unge uføre. Vi hører ofte historier om unge som blir tilbudt uføretrygd fra Nav, når det de egentlig ønsker, er hjelp til å komme seg ut i jobb. Vi ser f.eks. at andelen epileptikere som kommer ut i jobb, har sunket de siste årene. Det virker ikke sannsynlig at det skulle være rene medisinske årsaker til at denne andelen har økt de senere årene. Mange epileptikere kan i utgangspunktet fungere godt så lenge de får noe tilrettelegging på en arbeidsplass. Men ifølge deres egen organisasjon opplever unge epileptikere altfor ofte å ende med uføretrygd. Man kan fristes til å spørre om det for Nav kanskje er det enkeleste å få noen over på en permanent ordning, slik at man slipper den ofte kompliserte jobben det er å få noen med spesielle behov ut i ordinært arbeid. Verken for samfunnet eller for den enkelte er dette en holdbar løsning. Det er derfor skuffende å se at i en på mange måter god og solid reform av uføreordningen gjøres det ikke nok for å stagge veksten i unge uføre. Det er en fallitterklæring dersom vi lar denne veksten fortsette. Jeg håper derfor at arbeidsministeren snarest vil sette i gang et målrettet og kunnskapsbasert arbeid for å hjelpe flere fra denne gruppen over i arbeid – som saksordføreren sa:

Jeg har gjort noen regnestykker mens jeg satt her og lyttet, og for å ta to ulike case: Hvis man skulle være enslig ufør med barn og tar alle begrensningene, bl.a. at man kan ha maks ytelse inntil 80 pst. av tidligere inntekt for barnetilleggene, man kan ikke ha høyere inntekt enn 100 pst. før inntekten skal avkortes, sitter igjen med bare 0,7 G som man kan bruke av sitt fribeløp, istedenfor de andre som kan bruke 0,75 G, ut fra Fremskrittspartiets forslag. Man får altså da bare tjene 55 000 kr før man begynner å få avkorting fullt ut, mens andre får lov til å tjene 0,75 G, ifølge Fremskrittspartiet. Hvis man i samme tilfellet er ung ufør og får barn, har man satset på at man skal ha et barnetillegg som er på 0,4 G. Men siden man setter rammene slik at man bare kan ha dette tillegget inntil 80 pst. av tidligere inntekt, vil de som har vært ung ufør og får barn, bare kunne få 0,3 G i barnetillegg før de får en full avkorting. Så det handler om: Hvem treffer man? Jeg tenker at dette handler om å prøve å bygge grenser inn i et system som man ikke selv har Så har jeg en kommentar til Laila Marie Reiertsens bekymring for at de som er på vei tilbake igjen til arbeidslivet etter å ha vært 100 pst. ufør, ikke skulle kunne gjøre det. Både i dagens ordning og i den nye ordningen kan en gradvis bevege seg tilbake igjen til full jobb. Det betyr at en kan ha en redusert avkorting, helt ned til 20 pst., før uføretrygden faller helt bort. Så er det en ting som jeg stiller meg litt tvilende til når det gjelder forslagene som ligger på bordet i dag. Spør man virkelig om avkortingen i gammel ordning i forhold til dem med høy inntekt? Jeg vil anta at dette gjelder for den nye ordningen. I så fall kan jeg orientere om at i den nye ordningen vil avkortingen for dem med tidligere høy inntekt være lavere enn 66 hvis man tidligere hadde en inntekt over 6 G. Det betyr at de har en mildere avkorting enn hovedtyngden i uføretrygden. Hvis det gjelder den gamle ordningen, kan man lese proposisjonens side 121. Der kan man se at med den gamle ordningen fikk man full avkorting hvis man hadde en inntekt over 1 G og uføregraden var 100 pst. Først til representanten Sylvi Graham, som igjen gjentar at det har blitt så

Derfor er det slik at når man også blir ufør, har man noen rettigheter som utløser trygd. Jeg skulle ønske at representanten Graham kunne si noe positivt om det, for det er nemlig veldig viktig for mange kvinner, som har større helseproblemer knyttet til arbeidslivet enn det menn har. Slik er det, dessverre. Så til det å gå på trygd går i arv. Nei, det gjør ikke det. Det er de bakenforliggende sosiale problemene som går i arv. Derfor er SV så opptatt av at vi må ha gode barnetillegg for de familiene som har det vanskeligst, fordi barna skal ha en barndom som gjør at de kan delta på lik linje med andre barn i samfunnet. Så tror jeg vi alle sammen er enige om at hovedproblemet her er at de som kan og vil jobbe, ikke kommer i jobb. Hva gjør vi med det? Representanten Wickholm var oppe og viste til noen undersøkelser som viser hvor viktig det er å få utdanning. Jeg kan vise til en undersøkelse fra SSB, NOVA og NTNU som ble presentert i februar 2009, som viser at det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og sysselsetting for befolkningen generelt. Jo høyere utdanning, jo større sannsynlighet for arbeid. Enda sterkere er effekten av utdanning for dem som har en funksjonsnedsettelse og sykdom. Der er forskjellene store – nesten 40 poeng mellom grunnskole og høyere utdanning. Det viser seg at det er helt andre ting enn det som det er blitt snakket om her i dag, som skal til. I tillegg: Hva slags arbeidsliv er det vi ønsker å skape som de med dårlig helse skal inn i? SV og regjeringen er opptatt av å skjerme arbeidsmiljøloven, av å få på plass sterke tiltak mot sosial dumping og sikre seriøsitet i hele arbeidslivet, fordi de med dårligst helse skal ut i dette arbeidslivet. arbeidslivet. Da kan det ikke være slik at de risikerer å bli utnyttet på det grøvste og kanskje få enda større helseproblemer. Jeg er bekymret for dette, for det er lite som tyder på at arbeidslivet i seg sjøl gir bedre plass. Jeg hører mange arbeidsgivere som klager over at det er for mange på uføretrygd, men jeg ser dessverre for få av dem som sier at hos oss er det en arbeidsplass til alle. Neste taler er representanten Torbjørn Røe Eriksen Isaksen. Presidenten så at Røe Isaksen og Eriksson er etter hverandre her. Neste taler etter Røe Isaksen er Robert Eriksson. Røe Isaksen – vær så god! Takk, president! Jeg burde kanskje begynne å kalle meg Giæver Eriksen, så man kan få innpass i nye miljøer. Først vil jeg takke for en god debatt. Jeg tror det er verdt å huske på at dette er en reform som berører og engasjerer veldig mange mennesker, selv om det bare er komiteen som er til stede her i dag. Jeg har lyst til bare å knytte noen få kommentarer til den – jeg skal forsøke ikke å si det på en måte som gjør at debatten blusser opp igjen. Det er noe vanskelig når en bruker ordet «velge», for det er helt åpenbart – og jeg er enig med representanten Karin Andersen og alle andre som har sagt det – at det ikke er noen som sitter og tenker hvordan de kan utnytte systemet vårt på en best mulig måte.

Men hennes skattepenger går også inn i systemet, og det systemet må være rimelig også for henne. Da synes jeg det i utgangspunktet er noe urimelig at hvis du har en arbeidsinntekt på f.eks. 330 000, 340 000 eller 350 000 kr, som Brochmann-utvalget har vist til, vet du at hvis du ikke jobber, og har akkurat samme livssituasjon, vil du kunne få like mye eller mer enn det du har hvis du går på jobb hver eneste dag. Det er en urimelighet uavhengig av den enkeltes sinnelag. Så er jeg enig i at dette er kompliserte problemstillinger, for det er slik at yrkesdeltakelsen i Norge er høy, men det har ført til at samtidig som vi har fått flere inn i arbeidslivet, har flere gått ut av arbeidslivet. Jeg tror vi må være så ærlige å si at uføreordningen også er en ordning for å motvirke fattigdom, men den skyldes ikke bare

Jeg skal avslutte der. Jeg er enig med Karin Andersen i at det avgjørende er at det er noen grunnleggende årsaker til fattigdom eller nyfattigdom som går i arv. Det gjør også at det er en statistisk sammenheng mellom det at en har foreldre som er uføre, og det at en selv blir ufør. Men det er ingen automatikk. Jeg har selv en mor som er ufør. Det betyr ikke at det automatisk er slik at jeg blir ufør. Men det er slik at noen grunnleggende sosiale forskjeller i samfunnet vårt reproduseres.

Så til regnestykket til Tove Brandvik: Det blir veldig feil å lage den typen regnestykker der man blander trygdeinntekt og arbeidsinntekt. De to tingene bør holdes fra hverandre, da blir regnestykkene mye riktigere, og da blir de også bedre å forstå. Så sett opp regnestykket på nytt med de adskillelsene, så kan vi se på det sammen. Men så er det en del ting som jeg synes det er viktig å få sagt fra denne talerstolen. Det gjelder noe som også representanten Røe Isaksen har vært inne på, Der har både Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre et forslag som vi står sammen om, og det er: «Stortinget ber regjeringen legge frem en helhetlig gjennomgang av bostøtteordningen i god tid før ikrafttredelse av ny uføretrygd.» Jeg håper at regjeringen, statsråden og regjeringspartiene merker seg det og setter i gang det arbeidet, slik at vi er sikre på å få frem den problematikken i god tid før ny uføretrygd begynner å virke. Så var også Torbjørn Røe Isaksen inne på det som kanskje er den store utfordringen, som vi kanskje må ha mange debatter om fremover, og det er at vi har gradering både når det gjelder sykelønn og uføretrygd. Det synes jeg er positivt, men det krever også at vi må ha et annet arbeidsliv der det er plass til de nye arbeidstakerne som ikke har full arbeidsevne. Det betyr flere deltidsstillinger, det betyr et mer fleksibelt arbeidsliv, og hvordan vi skal lykkes med det, er en egen debatt. Men det er en alvorlig debatt som vi må ta i denne salen, om hvordan vi skal klare å skape arbeidsplasser, slik at disse folkene får utnyttet sin arbeidsevne fullt og helt. Det kommer vi vel tilbake til, og jeg ser frem til den debatten. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Andersen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det er en realitet at i denne innstillingen fremmer Fremskrittspartiet forslag om at de som er under 40 år, ikke skal ha mulighet til å få uføretrygd, hvis de ikke nærmest er født uføre. Så sier representanten Eriksson i et innlegg at da skal de selvfølgelig ha en annen ytelse. Jeg har bladd igjennom innstillingen tre ganger for å se om det er noe jeg har ha, finnes ikke i denne innstillingen. Så dette er en runddans mellom arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp, kanskje fra du er 20 til du er 40 år, for folk med uavklarte helseproblemer, dårlig råd og ikke mulighet til å etablere seg. Nei, det er en svært dårlig ordning å gjennomføre det som Fremskrittspartiet foreslår i dag, og jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet ikke har hatt innflytelse på uføretrygdens utforming. Representanten Robert Eriksson har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg registrerer at SV gjentar de samme usannhetene gang etter gang. Jeg synes det kunne ha vært prisverdig om man iallfall hadde lyttet til det vi har sagt, og forholdt seg til det som vi sier fra denne talerstolen, og tar det inn over seg. Vi mener faktisk det vi sier fra denne talerstolen. Ja, vi mener det er feil at folk som har arbeidsevne, skal varig uføretrygdes. Vi mener det er mye viktigere, spesielt for unge, at det legges opp et tett løp for å få flere av dem inn i arbeidslivet. Det er ikke snakk om at de skal gå i en runddans i 20 år, men de skal ha et mye tettere oppfølgingsprogram. Det står beskrevet, og vi har også et forslag sammen med Høyre om at vi ønsker å se på et slikt program. Da er det helt opplagt at det vil være en ytelse i forhold til det programmet som gjør at de ikke vil stå uten inntekt. Det har vi sagt, og det står også i vår resolusjon som er vedtatt på landsmøtet. Vi har sagt det og gjentatt det gang på gang fra denne talerstolen, men allikevel velger da SV

svakeste, spesielt barna til de aller svakeste, også i 2011 kan gå en verdig og god jul i møte. Representanten Robert Eriksson har tatt opp det forslaget han refererte til. Det går an å ha sympati for et slikt forslag hvis det hadde kommet på et tidspunkt da det hadde vært mulig å gjennomføre det.

Men det må gjøres på en seriøs måte, slik at det er mulig å få behandlet det og eventuelt gjennomført det. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen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

økt valgfrihet og frihet til selv å fatte de beslutningene som er best når det gjelder å kombinere ansvaret for barn med ansvaret for at begge foreldrene skal sikre inntekter til familien. Vi har bidratt til økt valgfrihet gjennom økt foreldrepermisjonstid. Vi har bidratt til økt valgfrihet gjennom det grepet vi nå gjør til betydelig økt valgfrihet gjennom å innføre en rett til barnehageplass, som sikrer at alle barn får muligheten til å få en god oppvekst og til å stå på egne ben og lykkes med sin framtid. Disse grepene er svært viktige for familiene, men de er også svært viktige for samfunnet. Når man ser på hva som er felles for de landene i Europa som sliter mest med å håndtere ettervirkningene av finanskrisen, så er det det at de landene også er preget av at de har forholdsvis få kvinner i yrkeslivet. Mens når man ser på de landene i Europa som lykkes med å håndtere ettervirkningene av finanskrisen – lykkes med omstilling – og som opplever vekst i dag, så er det land som har høy sysselsettingsgrad også blant kvinner. De er en enorm motor i omstillingsarbeidet det gjelder den muligheten man har for å øke sin konkurransekraft internasjonalt. Da må samfunnene ha en politikk som sikrer at kvinner faktisk kan kombinere det å jobbe med det å ha ansvar og omsorg for barn. Det har denne regjeringen med sine helhetlige grep greid både når det gjelder foreldrepermisjon, som sikrer at ikke bare kvinner er hjemme med barn, men også at fedre har en stor porsjon av gjennom kontantstøttegrepet, som sikrer at man kan kombinere det å ha ansvar for barn med at en av partene jobber mens en er hjemme, og retten til barnehageplass, som sikrer at den gangen man ønsker å gå ut i yrkeslivet igjen, har man muligheten til det gjennom at det tilbys en barnehageplass. Alle disse tingene har kommet som følge av en lang

For Fremskrittspartiet har alltid kontantstøtten vært en viktig ordning som først og fremst skal likestille alle småbarnsforeldre med hensyn til overføringer av offentlige midler til barnepass. I tillegg mener Fremskrittspartiet at kontantstøtten faktisk er en viktig ordning for familiens valgfrihet. Fremskrittspartiet mener det er godt at foreldre som ønsker å tilbringe tid med sine barn i de første leveårene, gis muligheten til det. Så begynte Stokkan-Grande sitt innlegg med å si at det var en gledens dag. Det er fristende å si at det er en sorgens dag, men det er kanskje å ta litt hardt i. Men for Fremskrittspartiet er det viktig at familien i større grad skal kunne tilpasse og organisere hverdagen sin ut fra den enkelte families behov. Det er dessverre ikke tilfellet i dag. Når regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringer neste år, gjør regjeringen det vanskeligere når det gjelder valgfrihet og mulighetene Fremskrittspartiet er likevel glad for at vi nå nesten har oppnådd full barnehagedekning, og at veldig mange familier velger barnehager. Vi ser at resultatet av barnehageforliket har ført til at antallet barn som går i barnehager, har økt. Likevel mener vi at valgfriheten til foreldrene er viktig, og at kontantstøtten er en så viktig del av denne valgfriheten at den bør opprettholdes slik den er i dag, slik at familiene kan få lov til å velge Det er opp til foreldrene å velge barnepass, men vi ser at fokuset på barns lek, læring og sosialisering kan være en viktig forklaringsgrunn for at noen allerede i barns andre leveår velger å benytte seg av retten til barnehageplass. For noen foreldre er barnehage det beste for deres familie og for deres barn, men det er også viktig at de som ønsker å velge kontantstøtte, får muligheten til det.

Jeg vil få understreke at trygghet og tid er viktig for barns oppvekstvilkår, og da må det være mulig for den enkelte familie å velge det som er best ut fra sin hverdag. Det som er spesielt ved den saken som vi behandler i dag, er at jubelen nok ikke har stått i taket, som regjeringen hadde håpet på. Vi ser nå i disse budsjettider rundt omkring i kommunene at flere og flere kommuner nå velger å innføre en lokal kontantstøtte.

jeg kunne ramset opp mange negative effekter som omleggingen av barnehagefinansieringen har ført til. Nå har de lokale kommunepolitikerne innsett at det er rimeligere å innføre lokal kontantstøtte til sine toåringer enn å bruke pengene til barnehager. Dette kan da ikke Likevel vil Fremskrittspartiet gi honnør til lokalpolitikerne for å styrke småbarnsfamilienes valgfrihet i stedet for å svekke den, sånn som regjeringen legger opp til. Fremskrittspartiet synes bare det er litt synd at det bare er noen småbarnsfamilier som får glede av dette. Det skal bli spennende å følge utviklingen i denne saken når vi nå får en oversikt over hvor mange kommuner som innfører lokal kontantstøtte framover, og hva regjeringen har tenkt å gjøre med det.

veldig skeptisk til å fjerne retten til kontantstøtte for barn mellom to og tre år. Vi er opptatt av at trygghet og tid er viktig for barns oppvekstvilkår, og derfor ønsker vi å styrke familiene som barnas viktigste fellesskap. I familiepolitikken ser vi at Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre gjennomgående er opptatt av at familien er den viktigste rammen – og fellesskapet – rundt barns oppvekst. Vi er også bekymret for at fokuset på familien blir satt til side, og for Høyres del er vi veldig bekymret for at likestillingen dominerer mer og mer av det som er knyttet til oppvekstvilkår. Jeg registrerer at det ikke bare er Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som er bekymret for regjeringens utvikling på dette området, men at også representanter for regjeringspartiene er veldig sterkt bekymret. Høyre er veldig enig med representanten Ramsøy fra Senterpartiet, som går hardt ut mot likestillingsministeren. Representanten Ramsøy fra Senterpartiet er i Vårt Land 14. november veldig bekymret for at likestillingspolitikken har tatt overhånd, og Senterpartiet savner et helhetlig fokus på familiepolitikken. Representanten Ramsøy sier i intervjuet i Vårt Land 14. november: «Ta for eksempel likestilling. At november: «Ta for eksempel likestilling. At flest mulig deler foreldrepermisjonen likt, ser bra ut på statistikken, men er det god familiepolitikk?» Og videre: «Det som er best for likestillingen, og det som er best for familien, er ikke nødvendigvis det samme.» Ramsøy etterlyser en Det ble fremmet sist under Bondevik II-regjeringen. Jeg er glad for at det nå helt klart og tydelig viser at det er stor uenighet i regjeringen om hva som skal være regjeringens familiepolitikk og likestillingspolitikk, eller i hvert fall at det går så langt at senterpartirepresentanter i Stortinget, også den som har ansvaret for familiepolitikken, går ut i avisen og sier at nok er nok, nå må vi ta hensyn til barna, nå må vi ta hensyn til familien, og at likestillingspolitikken ikke må ta fullstendig overhånd og være styrende for det som har å gjøre med barns oppvekstvilkår og integreringspolitikk, og hvordan vi skal legge opp familiepolitikken. Det har skjedd mye de siste årene med utviklingen i barnehagen, detaljstyringen av foreldrepermisjonen. Det er Høyre bekymret for. Vi ser at man systematisk mer og mer fjerner valgfriheten og fleksibiliteten for familiene, fordi man ønsker å dekke andre behov, som ikke først og fremst handler om familiens muligheter til å ta vare på ungene sine og organisere hverdagen til det beste for familien. Men jeg er glad for at Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre står sammen om å ønske mer valgfrihet til foreldrene, og at vi nok en gang sier tydelig fra om at mer detaljregulering og det å frata familien valgfrihet er feil vei å gå. Som forrige taler godt illustrerte det, er

er ingen hemmelighet at SV har vært motstander av kontantstøtten. Vi er motstandere fordi det er dårlig likestillingspolitikk, det er dårlig inkluderingspolitikk, og ikke minst er det dårlig fordelingspolitikk. Fordeling er ikke alltid det perspektivet som er trukket mest fram i denne diskusjonen, men det er helt avgjørende. Kontantstøtten er et klassespørsmål, og jeg vil gjerne sitere fra

i dette spørsmålet, for dette handler om nettopp de ungene som trenger mest å gå i barnehage, enten det gjelder språk eller lite ressurser ellers i hjemmet. For ti år siden, i 2001, evaluerte Stortinget kontantstøtten. Allerede da var det en stor diskusjon om inkluderingseffekten av den, og både daværende Dagrun Eriksen var innom at kontantstøtten kunne ha uheldige effekter for inkludering. Så jeg håper at Kristelig Folkeparti vil ha en mer progressiv holdning til det i denne debatten enn de hadde for rundt to uker siden, da de mente at SV var et «stigmatiserende» parti som tok opp dette som en problemstilling. Det er en viktig del av diskusjonen. I tillegg vil jeg nevne at over 80 pst. av kontantstøttemottakerne er kvinner, og yrkesaktivitet er, som vi kjenner til, sentralt for likestilling. Kontantstøtten har bidratt til å befeste tradisjonelle kjønnsrollemønstre og er fremdeles veldig tradisjonell når det gjelder hvem som mottar slik støtte. Jeg skal også oppklare noen vanlige misforståelser i denne debatten. Kontantstøtten er ikke penger for å være hjemme. Kontantstøtten er penger for ikke å benytte seg av et offentlig tilbud, som jo er barnehage, og da kontantstøtten ble innført, ble den hovedsakelig brukt til dagmamma og svart barnepass. Kontantstøtten var den borgerlige regjeringens måte å kjøpe seg ut av barnehagesatsingen på, og derfor synes jeg det er ganske hult når Høyre sier at denne regjeringen har svekket valgfriheten. Det er nettopp denne regjeringen som har gitt familien valgfrihet, gitt mulighet til å velge barnehageplass, og det er en politikk som i praksis har utradert kontantstøtten, for nesten alle valgte barnehageplass da de fikk tilbud om dette. Det er et godt kompromiss som vedtas i dag. Det er et eksempel på at også der man har ulike meninger og innganger, kan man komme fram til gode løsninger. Jeg er mer spent på hvordan opposisjonen skal jobbe seg fram i familiepolitikken enn på hvordan vi klarer det hos oss rød-grønne. Vårt vedtak er bra for likestillingen, og det er ikke minst bra for de ungene som nå vil komme i barnehagen. Saken vi skal behandle her i dag, er Saken vi skal behandle her i dag, er et bevis på at denne regjeringen er i stand til å håndtere saker der vi har ganske ulikt standpunkt. Derfor mener jeg at dette er en dag der alle regjeringspartiene har grunn til å være fornøyd. Representanten Håbrekke fra Kristelig Folkeparti sa i forrige debatt om kontantstøtte, da vi behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet, at det hadde vært interessant å være «flue på veggen» når Men med forrige kontantstøttedebatt i friskt minne kan jeg vel si det samme om opposisjonen: Om det skulle ha blitt en regjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, hadde det vært interessant å se hvordan de hadde valgt å løse dette spørsmålet. Kontantstøtten er en viktig sak for Senterpartiet, og det var veldig viktig for oss at denne ordningen både skulle beholdes og aller helst videreutvikles da vi valgte å gå inn i et regjeringssamarbeid i lag med Arbeiderpartiet og

kontantstøtten, er både lite integrert og såkalte ressurssvake familier. Men da er det også viktig å minne om at det faktisk er slik at det er mange som velger å være hjemme litt lenger enn det som er normalen, fordi de mener at det er best for sin familie og sine barn – at det ikke nødvendigvis er best med barnehager i alle tilfeller. Det er også viktig å ha med seg i debatten at denne målgruppen er mer sammensatt enn det noen ganger kan høres ut som. Så har en ofte vært inne på hva det er småbarnsfamiliene egentlig etterspør – barnehage eller kontantstøtte? Det er ikke noen tvil om at et stort flertall velger barnehage. Men så er jo spørsmålet hvordan man velger å tolke disse tallene. Jeg mener at dette også er en økonomisk vurdering som familiene gjør, og at det blir for enkelt å dra den slutningen at kontantstøtten ikke er ønsket. Så er det også argumentert rundt at kontantstøtten holder kvinnene ute av arbeidslivet, og at det kan bidra til dårlig integrering. Der mener jeg det er viktig å vise til at det er den samlede støtten og de samlede effektene av velferdsgodene som blir pekt på som utfordringer i mange utredninger, og da blir det lettvint å skylde på kontantstøtten. Men jeg skjønner at det også kan være passende, hvis det er en ordning man uansett er imot. Jeg mener likevel at det kan bidra til litt forenkling av et komplisert tema, som integrering faktisk er.

Det jeg synes er viktig, er at man blir mye mer bevisst på at det er et helhetlig fokus på familiepolitikk og et helhetlig fokus på hvordan vi ønsker å utvikle familiepolitikken i framtiden. Jeg er veldig for fedrekvoten, men samtidig må det være lov å påpeke at det ikke alltid er sånn at alle likestillingstiltak, og det som vil bidra til mest likestilling, er det som er best for familien. Hvis det hadde vært sånn, hadde man nok på et tidligere tidspunkt gått inn for en todeling av

til noen av spørsmålene. Kristelig Folkeparti kan forsvare mye av vår politikk når det gjelder foreldrepermisjon, mens Høyre og Fremskrittspartiet velger ikke å forsvare det. Det er altså uenigheter, men så overdrevet som det her blir framstilt, er det nok ikke. Vi lever veldig godt i det regjeringssamarbeidet som vi nå er en del av. Om dette er

av sentrumsregjeringen – Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre – under en knallhard debatt, og den har vært kontroversiell hele veien. Hvis noen hadde sagt for seks år siden at kontantstøtten skulle bestå etter seks år med rød-grønt flertall, og at vi skulle sitte, etter seks år, og diskutere endringer som at at kun kontantstøtten for toåringer skulle fjernes, mens den skulle økes for de første seks månedene, hadde nok det gitt rimelig høye odds. Jeg tror den oppsummeringen viser at kontantstøtten har vært en populær, sterk og robust ordning. Jeg vil ta for meg noen myter som får litt for stor plass i debatten. For det første, myte nr. én: De fleste velger bort kontantstøtten. Det er feil. De fleste velger faktisk å benytte kontantstøtten. Myte nr. to: Kontantstøtten er et problem for språkutvikling. Jeg må si at jeg har til gode å møte noen kontantstøttemottakere som snakker godt norsk, så det er mulig det er sant. Eller kan det være fordi kontantstøttemottakere er ettåringer og toåringer? Myte nr. tre: Kontantstøtten er et problem for integrering. Det er en udokumentert påstand som jeg tok opp grundig i vår forrige debatt om temaet. De ulike utvalgene som det refereres til – det er jo flere utvalg som har behandlet problemstillingen – har ikke dokumentert den påstanden, men de har foreslått å fjerne kontantstøtten fordi den er et til at flere kan velge å være hjemme. Det kan man være enig eller uenig i, men det er ikke noen dokumentasjon på at integrering er et problem. De fleste kontantstøttemottakerne er norske familier, og min påstand er at de fleste innvandrerfamilier som bruker kontantstøtten, er godt Myte nr. fire: Kontantstøtten er et problem for likestilling. Ja, hvis likestilling dreier seg om at alle sammen skal velge slik som stortingsflertallet mener, eller slik som en statsråd og et departement i Akersgata mener, da er det et problem for likestillingen. Men hvis likestilling dreier seg om å sette moderne kvinner i stand til å gjøre frie valg, da er kontantstøtten en Myte nr. fem er at fjerning av kontantstøtten gjør at kvinner som enten er dårlig integrert eller har svak tilknytning til arbeidsmarkedet, kommer ut i arbeid. Så langt jeg har fått rede på, er det 8 000 toåringer som mottar full kontantstøtte.

kontantstøtte eller barnehage. Derfor vil vi ha begge deler. Derfor har vi støttet hver eneste barnehageplass som er bygd ut de siste årene. For venstresiden har jeg fått inntrykk av at valgfrihet dreier seg om barnehage eller barnehage. Men da statsbudsjettet kom, fikk vi tydelig melding om at for de rød-grønne er valgfrihet snakk om ingenting eller ingenting. For de familiene som nå mister kontantstøtten, skal ikke få barnehageplass,

de ideologiske forskjellene her i salen: hvem som har tillit til familiene, og hvem som ikke har det, og hvem som snakker om konkurransekraft når vi andre snakker om ungers oppvekstvilkår. Det er

av likestillings- og integreringsmessige hensyn. For regjeringen og for meg er det et viktig mål å oppnå en jevnere fordeling av omsorgsoppgaver og yrkesaktivitet mellom kvinner og menn, og kontantstøtten virker i motsatt retning. Med kontantstøtten er det mer lønnsomt å la være å gå ut i arbeid enn det er hvis kontantstøtten fjernes – særlig gjelder det hvis inntekten er lav. Kvinner har som kjent i snitt lavere lønn enn menn. Dette øker sjansen for at det er mor som velger å være hjemme med barnet – og ikke far. Sånn opprettholdes tradisjonelle kjønnsrollemønstre, og barn går glipp av barnehagen, som vi vet er et godt pedagogisk og sosialt utviklende tilbud. Familier med innvandrerbakgrunn bruker kontantstøtte i større grad enn de som ikke har innvandrerbakgrunn, og det er en tendens som vi har sett forsterke seg de siste årene. Vi vet også at kvinner med innvandrerbakgrunn har lavere sysselsetting enn andre kvinner. For enkelte i den gruppen kan derfor kontantstøtten i særlig grad være et incentiv til å la være å søke arbeid utenfor hjemmet. Det er uheldig når vi ønsker at både kvinner og menn i størst mulig grad skal delta i inntektsgivende arbeid, og at barn skal få gå i barnehage. Det er også uheldig fordi vi vet at begge deler er viktig for å bekjempe både nåværende og framtidig fattigdom blant minoritetsbefolkningen i Norge. Regjeringen følger derfor det rådet vi har fått fra flere offentlige utvalg, og foreslår avvikling av kontantstøtten for toåringene fra august neste år. Det vil selvfølgelig ikke være sånn at alle toåringer som ikke lenger skal ha kontantstøtte, kommer i barnehage fra august 2012. Det vil heller aldri bli sånn at alle mødre som i dag er hjemmearbeidende, går ut i arbeid. Men avvikling av kontantstøtten er et viktig, langsiktig tiltak for å bedre både likestilling og integrering. Forslaget om avvikling av ordningen for toåringene må ses i sammenheng med at det er innført en rett til barnehageplass. Alle barn har rett til plass, senest fra de fyller to år. Den valgfriheten som manglet i 1998, og som av enkelte ble brukt som argument for å innføre kontantstøtten, finnes i dag fordi småbarnsfamilienes valgfrihet har blitt vesentlig styrket under den rød-grønne regjeringen. Selv om mange kommuner også tilbyr barnehageplass mellom hovedopptakene, må noen barn vente litt før de får barnehageplass. Det er en grunn til at jeg mener at det regjeringen foreslår om å styrke kontantstøtten for de yngste Ikke alle foreldre ønsker at barnet skal begynne i barnehage like etter at foreldrepengeperioden er avsluttet, og med ordningen med ett opptak er det også mange som må vente en stund før de får muligheten. For de yngste ettåringene foreslår vi derfor å øke satsen for full kontantstøtte til 5 000 kr per måned. Vi foreslår i tillegg en forenkling av satsstrukturen for sånn at det gis enten full eller halv kontantstøtte, avhengig av barnehagebruk. Det vi legger fram her i dag, er nok et godt eksempel på at de rød-grønne partiene klarer å finne fram til god enighet om viktige familie- og likestillingspolitiske tiltak. Det viser at de tre partiene står sammen om vesentlige og likestillingspolitikken. Vi står sammen også mot den borgerlige opposisjonen i det som er de viktigste konfliktlinjene på dette feltet – ikke bare de vi kjenner godt til fra før, diskusjonen om fedrekvoten og foreldrepermisjonen, men nå også om hva slags kontantstøttesystem vi skal ha. Det lovforslaget som er til behandling i dag, er positivt for likestillingen. Det vil også Samtidig ivaretar det hensynet til barnehageopptak og familienes fleksibilitet den første tiden etter at foreldrepengeperioden er avsluttet. Det er derfor også et bidrag til en enda større mulighet for småbarnsfamiliene til å tilpasse god omsorg for barna når de er små, til det ofte krevende yrkeslivet som vi vet mange foreldre har i dag. Derfor er dette også et godt forslag for barn, og jeg er glad for at flertallet i komiteen støtter forslaget. Det blir replikkordskifte. I disse budsjettider viser det seg – som jeg sa i mitt innlegg – at en del av kommunene innfører egen, lokal kontantstøtte. Det er fordi det viser seg at de kan bruke de barnehagepengene som av kommunene innfører egen, lokal kontantstøtte. Det er fordi det viser seg at de kan bruke de barnehagepengene som er kommet, for de er ikke øremerket barnehager. Veldig mange velger å gi lokal kontantstøtte, for de ser at da får familiene en valgfrihet som denne regjeringen ikke gir dem. Så mitt spørsmål til statsråden er om han støtter disse lokalpolitikerne i at disse lokalpolitikerne i at de nå innfører en lokal kontantstøtte til sine småbarnsfamilier. Som jeg sa i mitt innlegg, mener jeg det er tungtveiende likestillingspolitiske grunner, og også viktige integreringspolitiske grunner, til ikke å ha kontantstøtte for toåringer. Det vil si at jeg vil ikke anbefale noe kommunestyre å vedta det. Samtidig er de kommunene der innbyggerne har valgt borgerlig, til å innføre denne typen ordninger. Jeg vil imidlertid advare mot å bruke lokal kontantstøtte som en enkel vei unna den forpliktelsen kommunene har til å skaffe barnehageplass til alle som trenger det. Jeg noterer meg med bekymring at f.eks. Fremskrittspartiets ordfører i Os, Terje Søviknes, sier til Bergensavisen 7. desember at «for Os kommune er det økonomisk gunstig å betale ut kontantstøtte på om lag 5000 kroner per måned

Representanten fra Senterpartiet, Christina Nilsson Ramsøy, mente at Høyres representant overdrev i sted, da jeg refererte til representantens utspill, og det hadde jo vært interessant å spørre om statsråden er enig i Representanten fra Senterpartiet, Christina Nilsson Ramsøy, mente at Høyres representant overdrev i sted, da jeg refererte til representantens utspill, og det hadde jo vært interessant å spørre om statsråden er enig i representantens sitat om at familien aldri må bli arena for likestilling – men det skal jeg la ligge. Jeg vil bare understreke at i mitt innlegg i sted refererte jeg kun sitater fra Senterpartiets familiepolitiske talskvinne. Men år, hvis den er så uheldig for disse barna og for disse foreldrene av integreringshensyn? Hadde det ikke heller vært bedre for de rød-grønne å fjerne kontantstøtten helt framfor å styrke den for dem mellom ett og to
Det er svært stor forskjell på en kontantstøtte som betales utover to år, og som holder barn lenge ute av barnehagen og moren lenge ute av arbeid, og det vi nå gjør, som er å gi en høyere støtte en kort periode der mange familier bl.a. mangler muligheten til å få barnehageplass. Når vi er i den situasjon at vi mange steder i landet kun har ett hovedopptak til barnehagene, synes jeg det er en god håndsrekning til småbarnsfamiliene. Jeg er av dem som trives svært godt i regjering med Senterpartiet. Det står veldig mye fornuftig i Senterpartiets program. Den saken vi behandler i dag, er også et svært godt eksempel på at de rød-grønne partiene klarer det som de borgerlige kommer til å få betydelige utfordringer med hvis de skal bygge sitt regjeringsalternativ, nemlig å sy sammen store og viktige reformer i familiepolitikken, noe som jeg tror alle tre partiene med hånden på hjertet kan si at vi er veldig stolte av og glade for at vi vedtar i kveld. Nå foreligger det ikke en erklæring fra de

til alle de familiene som nå mister kontantstøtten for toåringene. Jeg ønsker bare å gjenta mitt spørsmål, som jeg ikke fikk svar på i forrige kontantstøttedebatt: Hvem tror statsråden er de 1 160? Er det den andelen av kontantstøttemottakerne som har dårlig integrerte mødre som snakker dårlig norsk? Er det den andelen som da vil komme ut i arbeid gjennom de 1 160 plassene, eller hvem er det?

Men det er bl.a. avhengig av at vi får i gang de tiltakene som f.eks. gjør at minoritetskvinner har noe meningsfylt å gå til. Det er vi godt i gang med, f.eks. når det gjelder utbyggingen av programmet Ny sjanse, av andre viktige tiltak for kvalifisering, språkopplæring, og det generelle arbeidet for å bedre kvinners posisjon i norsk arbeidsliv, bl.a. arbeidet mot ufrivillig deltid. Så jeg tror resultatene vil komme. Jeg konstaterer at også flertallet i sin merknad har sagt en del om dette og lagt til grunn at det behovet for barnehageplasser som oppstår neste år, skal etterkommes og finansieres.

for toåringene, er ikke bra for dem som er mellom ett og to år. Man øker kontantstøtten for ettåringene og fjerner den helt for toåringene. Og så presterer man til og med å lage en form for prinsipiell begrunnelse for hvorfor man gjør det på den måten. Dette er selvfølgelig et kompromiss, det burde man kunne innrømme – et rød-grønt sammensurium av et kompromiss, hvor ettåringene plutselig har godt av et tilbud om å være hjemme og få kontantstøtte, mens for toåringene er det det stikk motsatte, at man må, for å sitere statsråden, hindre en ordning – det er godt gjort av en statsråd å si det, jeg må tilstå det – som holder barn ute av barnehagen og holder mor utenfor arbeidslivet. Det er klart at hvis man har et slikt syn på hva familie er for noe, og hva det vil bety, og hva det betyr å ha omsorg for egne barn – at det er et spørsmål om å holde barn ute av barnehagen eller holde mor utenfor arbeidslivet

at staten er den som må styre til minste detalj, i hvert fall så lenge man kan bruke den økonomiske pisken for å oppnå de ideologiske målsettinger man har. Jeg må bare få lov til å meddele at jeg synes at representanten Hofstad Helleland hadde et veldig merkelig innlegg, hvor hun framstiller det som om det er

færre skilsmisser, mindre vold, mindre konflikter, og disse familiene er mer lykkelige enn andre familier. Det må jo være både en god familiepolitikk og en god likestillingspolitikk når man kan komme til slike svar i likestilte familier. Så reises det en debatt om hva som er valgfrihet. Er det slik at den viktigste valgfriheten er det at man velger mellom to omsorgsløsninger? For meg som sosialdemokrat Så reises det en debatt om hva som er valgfrihet. Er det slik at den viktigste valgfriheten er det at man velger mellom to omsorgsløsninger? For meg som sosialdemokrat er den ultimate valgfriheten det at vi som norske kvinner ikke tvinges til å gjøre de valgene som italienske og tyske kvinner faktisk må gjøre. De er nødt til å velge – skal jeg få barn, eller skal jeg være yrkesaktiv? Vi er i

fridager ved barns sykdom. Dette var det som på 1970-tallet ble svaret på hva som var en god familiepolitikk. Jeg må bare innrømme at jeg mener det er det samme svaret i dag. En god familiepolitikk er en politikk som legger til rette for at mor og far kan få lov til å være hjemme sammen med barnet sitt i barnets første leveår, at man kan ha et godt familieliv samtidig som man har mulighet til å være yrkesaktiv.

Det er da man begynner å utvikle språk, det er da man virkelig har behov for å være sammen med andre barn som allerede snakker godt norsk. Så den løsningen vi nå finner, med at vi bl.a. gir litt ekstra kontantstøtte i en overgangsfase mellom foreldrepermisjon og barnehage, synes vi er en god løsning. Jeg vil bare understreke at jeg står for de sitatene som Hofstad Helleland refererte i sitt innlegg – men kanskje da

Det som er viktig for meg, er at vi i større grad skal få et helhetlig fokus på familien og ikke bare fokusere på smale debatter, slik som fedrekvote og kontantstøtte. De er også viktige, men familiepolitikk handler om veldig mye mer. Det kan være spørsmål som er under et annet departements område, og det er viktig at man ser at det også kan være veldig relevant for familien. Det handler om hvor mye tid vi bruker hjemme, og hvor mye tid vi bruker på arbeid. Jeg må understreke at jeg ikke ønsker meg tilbake til der det var mor som var hjemme ved kjøkkenbenken, og far som var ute og jobbet, men den utviklingen vi har hatt, gjør jo at begge i veldig stor grad er ute og jobber på fulltid, noe som også fører til krevende ting i hjemmet. Dette er ting jeg mener vi bør diskutere. Spørsmålet om lengre skoledag, som Kunnskapsdepartementet holder på med, er også noe som påvirker familien. familien. I saker der likestilling og familiepolitikk går i samme retning – fedrekvoten kan være et eksempel på det – er jo ikke dette noe problem. Men for meg er det viktig å se at i noen saker kan argumentet for likestilling og argumentet for hva som er best for familien, slå litt ulikt ut. Det mener jeg vi må være oppmerksom på, og det tror jeg mine samarbeidspartnere i regjeringen er, men vi har kanskje litt ulik inngang til hvor denne grensen går. Så er det slik at familien har en verdi i seg selv. Det er et sitat jeg står for, og det tror jeg også veldig mange her deler. Men når når Kristelig Folkeparti er for fedrekvoten, sier man at man fortsatt har en valgfrihet, og at det er positivt, men når vi går inn for denne endringen i kontantstøtten, blir det omtalt som en ideologisk pisk og veldig – liksom – dramatisk å måtte redusere valgfriheten. Det viser bare at man har litt ulik inngang til hva man legger i «valgfrihet», og hva vi synes er greit at staten er med på å si noe om, og hva vi ikke synes det er greit at de sier noe om. Så sier man at dette er en blanding av veldig mye rart rød-grønt, men det må jeg ta veldig sterkt avstand fra, for jeg oppfatter at dette forslaget egentlig er i tråd med Senterpartiets program, der vi også har sagt at vi ønsker å målrette ordninger akkurat slik det gjøres nå. Jeg må også påpeke det at flere går inn på de utfordringene kommunene vil få – at man ikke har regnet rett. vil advare mot å gjøre politikk ut av noe som egentlig er en teknisk beregning, for det er jo det det er snakk om. Flertallet har jo i sine merknader sagt at hvis det er en utfordring, hvis det viser seg at man har regnet feil, så skal kommunene få økt sine overføringer. Jeg skal ikke bruke mye tid på disse avklaringene om hva som egentlig er den rød-grønne politikken, hvem som er enige i hva, og

venstresidens kamp. Det var ikke det rød-grønne som var fokus hos ham, og det er jo i og for seg interessant. Ellers refererte representanten Knutson Barstad til at vi hadde brukt ordet «stigmatisering» i den forrige debatten vi hadde her i salen om dette temaet, som tydelig falt SVs representanter tungt for brystet. Ja, jeg står ved at det å bruke statistikk på den måten som SV til stadighet gjør i denne debatten, er på en veldig uheldig måte med på å sette en gruppe mennesker i bås. Det synes jeg man bør holde seg for god for, og der står jeg ved det jeg har sagt. Så har jeg lyst til å minne om et poeng som ikke har kommet fram så langt i debatten. Det vises stadig til NOU-ene og de rapportene som er lagt fram, som har kommentert bl.a. kontantstøtten. Det ble referert til fordelingspolitikk og klassespørsmål. Ja, nå har bl.a. Fordelingsutvalget sagt tydelig fra at hvis man fjerner kontantstøtten, må man innføre kompenserende tiltak, for i gruppen som mottar kontantstøtte, er lavinntektsfamilier overrepresentert. Så har man for det første latt være å innføre kompenserende tiltak, og for det andre lar man være å bygge de barnehageplassene som skal til for å at de barna kan komme inn i barnehage. Jeg skal ikke bruke ordet fattigdomsfelle, men sannheten kan ikke være langt unna. Det de familiene tilbys i dag, er 3 300 kr mindre i måneden. På hvilket annet område hadde SV villet være med på det? Så advarer statsråden kommunene, at det å bygge barnehager, er en enkel vei unna forpliktelse. Da må jeg spørre: Hva er det regjeringen gjør for ettåringene som ikke har fått rett til barnehageplass, hvor man øker kontantstøtten fordi de ikke har fått rett til barnehageplass? Jeg bare spør. Ellers vil jeg bare bemerke at representanten Gunn Karin Gjuls innlegg om valgfrihet og likestilling var en veldig interessant refleksjon. Jeg er enig i at det er god politikk, det som det var referert til fra 1970-tallet. Det interessante med representanten Gjuls innlegg var jo at det stoppet der, vi andre har gått videre og sett at likestilling for moderne kvinner av 2011 er noe mer. Jeg registrerer at det i hvert fall ikke er Jeg registrerer at det i hvert fall ikke er mye rom for å fremstå som teatralsk fra denne talerstolen – man må passe på hvordan man legger stemmeleiet, for det kan lett misforstås. Jeg vet ikke om det er det at det begynner å nærme seg jul, at regjeringspartiene derfor er slitne, og at man ikke helt henger med i timen, men jeg må si at det er litt av en opplevelse å sitte i salen og jeg må si at det er litt av en opplevelse å sitte i salen og registrere den uenigheten som kommer til syne mellom regjeringspartiene om dagen, ikke bare i avisen, men også fra talerstolen. For dette er nok en sak som viser at regjeringen ikke er enig med seg selv. Representanten Gjul går på talerstolen og sier at det som jeg tok opp i mitt innlegg, var feil, det at likestilling og god familiepolitikk er motstridende, at dette ikke henger sammen. Så gikk representanten Nilsson Ramsøy opp og erkjente at at dette ikke henger sammen. Så gikk representanten Nilsson Ramsøy opp og erkjente at det var riktig det som ble sagt i innlegget fra Høyre, for alle sitatene fra avisartikkelen var riktig. Det som er mer oppsiktsvekkende, er jo egentlig at lederen for familiekomiteen i Stortinget hevder – i hvert fall mellom linjene – at familier som mottar kontantstøtte, ikke er likestilte. Representanten Gjul hevder at familier som mottar kontantstøtte, ikke er likestilte. Representanten Gjul hevder at likestilte familier er mer lykkelige, der er det mindre bruk av vold, mens når det gjelder familier som mottar kontantstøtte, derimot, sier forskningen noe helt annet. Det var ganske oppsiktsvekkende. Men la nå det ligge. Jeg er enig i det representanten Gjul sier i slutten av sitt innlegg, nemlig at vi må gi mor og far muligheten til å være hjemme med barnet det første året av barnets liv, og vi må gi både mor og far muligheten til å være i jobb. Det er Høyre helt enig i. Forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre er at Arbeiderpartiet vil detaljregulere skal være hjemme det første året – hvor mange uker mor og far skal være hjemme. Arbeiderpartiet vil bestemme når barnet skal være i barnehage, og da frata foreldrene muligheten til å velge andre omsorgsløsninger. Det er den store forskjellen, og det er også den store forskjellen i hele familiepolitikken – at vi nok en gang ser at i hvert fall Arbeiderpartiet henger etter SV

Det som er stigmatiserende, er å basere debatten på myter, på generaliseringer. Det er ikke stigmatiserende å si ting som er sant. Tvert imot er det slik at det å være nyansert, det å trekke fram reelle problemer, også er helt nødvendig for å bekjempe stigmatisering. Det eneste vi har sagt i denne debatten, er at det er en utfordring at familier med minoritetsbakgrunn er overrepresentert blant kontantstøttemottakere, samtidig som de også er overrepresentert blant familier der det er mye barnefattigdom. Vi vet at det å være en éninntektsfamilie ofte er en årsaksfaktor når det gjelder barnefattigdom, og vi vet at det å få ungene inn i barnehage kan være en viktig forutsetning for at de ikke også skal bli voksne fattige. Tallene fra Nav fra februar i år viser at av stønadsmottakerne totalt sett var 35,5 pst. av utenlandsk opprinnelse. Vi har sett at nedgangen i bruk av kontantstøtten over tid har vært sterkere i befolkningen totalt enn blant familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. I Oslo, der vi vet at vi har de største utfordringene knyttet til nettopp å bekjempe fattigdom, og manglende tilgang til arbeidslivet for familier med innvandrerbakgrunn,

at nordmenn med innvandrerbakgrunn ikke blir stående på sidelinjen når det gjelder arbeidsliv, barnehage og utdanning. Representanten Øyvind Håbrekke har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg ønsker bare å få kommentere til slutt Jeg ønsker bare å få kommentere til slutt at jeg er helt enig i statsrådens prinsipielle syn på hvordan vi diskuterer utfordringer i integreringspolitikken, hva som er stigmatiserende, og hva som ikke er stigmatiserende. Men i forlengelsen av det synes jeg – la meg si det sånn på slutten av en lang dag, siden debatten går mot slutten – at det er problematisk at man bruker tallene nettopp på den måten som statsråden gjorde.

at det legges opp til en fri debatt. Men presidenten kan ikke registrere at noen har tegnet seg. Hvis det er riktig, er det ingen som har bedt om ordet til sak nr. 9. Stortinget går da til votering. Under debatten er det satt fram i

President, jeg

helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Ja, jeg